overtar fra Samferdselsdepartementet: styret av Kyst- og miljøavdelingen med unntak av de delene av avdelingen som har ansvaret for koordineringen av Samferdselsdepartementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål, og ansvaret for etatsstyringen av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar styret av Maritim avdeling og ansvaret for prosjektet Ocean Space Centre fra statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran har videre ansvaret for å koordinere satsingen på grønn skipsfart. Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran og statsråd Jan Christian Vestre har forvaltningsansvar for lover i samsvar med vedlagte forslag. Følgende utnevnes til statssekretærer: Professor Oddmund Løkensgard Hoel, statssekretær for statsråd Ola Borten Moe i Kunnskapsdepartementet. Fylkesråd Kristina Sigursdottir Hansen, statssekretær for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Nærings- og fiskeridepartementet. Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen, statssekretær for statsråd Odd Roger Enoksen i Forsvarsdepartementet. Gruppeleder Aleksander Øren Heen, statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet. Leder for politikk og samfunnsavdelingen, Gunn Karin Gjul, statssekretær for statsråd Bjørn Arild Gram i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tjenesteleder, Ole Henrik Krat Bjørkholt, statssekretær for statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet. Ordfører John-Erik Vika, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet. Statsadvokat Hans-Petter Aasen, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet. Politisk rådgiver Erik Sandsmark ldsøe, statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet. Stillingene holdes åpne for statssekretærer som er ansatt i staten så lenge de er statsråder og statssekretærer. Dersom de er tilsatt i åremålsstilling, forskyves utløpet av åremålet med en periode tilsvarende den tid de har gjort tjeneste som statsråder eller statssekretærer. Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 22. oktober

Presidenten vil derfor i medhold av forretningsordenen § 79 foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i § 43 tredje ledd om at finanskomiteen senest 20. november skal avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet. Det medfører at finansinnstillingen avgis 26. november, og at finansdebatten holdes 2. desember. Som konsekvens av dette vil det ikke være mulig for Stortinget å behandle fagkomiteenes budsjettinnstillinger innen fristen 15. desember. Presidenten vil derfor foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenen § 43 sjette ledd om at fagkomiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet senest 15. desember. Ber noen om ordet? – Så synes ikke. Presidenten har altså foreslått at forretningsordenen § 43 tredje og sjette ledd fravikes, og det anses vedtatt. Tidsplan for avgivelse og behandling av budsjettinnstillingene vil om kort tid bli kunngjort. Presidenten har grunn til å tro at dagens møte blir kort, og ber derfor representantene om å bli sittende til dagens kart er ferdigbehandlet. Det skal først velges nye medlemmer av valgkomiteen, og presidenten har på forhånd fått innmeldt følgende forslag fra partigruppene: Odd Harald Hovland og Cecilie Myrseth er foreslått som nye medlemmer av valgkomiteen i stedet for Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, som har trådt inn i Siv Mossleth og Åslaug Sem-Jacobsen er foreslått som nye medlemmer av valgkomiteen i stedet for Trygve Slagsvold Vedum og Kjersti Toppe, som har trådt inn i regjeringen. Guri Melby er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen i stedet for Sofie Høgestøl, som ikke lenger møter som representant. Olaug Vervik Bollestad er foreslått som nytt medlem av valgkomiteen i stedet for Kjell Ingolf Ropstad. Foreligger det flere forslag? – Så synes ikke. Presidenten foreslår at det voteres på vanlig Odd Harald Hovland, Cecilie Myrseth, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen, Guri Melby og Olaug Vervik Bollestad er enstemmig valgt som nye medlemmer av valgkomiteen. Det skal så velges nye varamedlemmer til valgkomiteen, og presidenten har på forhånd fått innmeldt følgende forslag fra partigruppene: Lubna Boby Jaffery og Frode Jacobsen er foreslått som nye varamedlemmer til valgkomiteen i stedet for Odd Harald Hovland og Cecilie Myrseth, som har blitt faste medlemmer av komiteen. Per Martin Sandtrøen og Ivar B. Prestbakmo er foreslått som nye varamedlemmer til valgkomiteen i stedet for Emilie Mehl, som har trådt inn i regjeringen, og i stedet for Siv Mossleth og Åslaug Sem-Jacobsen, som har blitt faste medlemmer av komiteen. Sveinung Rotevatn og Abid Raja er foreslått som nye varamedlemmer til valgkomiteen i stedet for Ane Breivik og Solveig Schytz, som ikke lenger møter som representanter. Dag-Inge Ulstein er foreslått som nytt som ikke lenger møter som representant. Foreligger det flere forslag? – Så synes ikke. Presidenten foreslår at det voteres på vanlig måte. Lubna Boby Jaffery, Frode Jacobsen, Gro-Anita Mykjåland, Per Martin Sandtrøen, Ivar B. Prestbakmo, Sveinung Rotevatn, Abid Raja og Dag-Inge Ulstein er enstemmig valgt som nye varamedlemmer av valgkomiteen. Sakene på dagens kart er